frå Det

Ærede President, Folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet. Angrepene 22. juli var rettet mot Utøya og regjeringskvartalet, men rammet hele Norge. Det norske folk svarte med å slå ring om demokratiet. Ut av det vonde vokste en sterk folkelig vilje til samhold, åpenhet og deltakelse. I de mest kritiske timene og dagene landet vårt har opplevd siden den andre verdenskrigen, tok folket ansvar for våre verdier og Det styrker folkestyret. Samtidig vil tragedien prege både mennesker og samfunn i lang tid. Vi må derfor fortsette å mobilisere fellesskapet. Som enkeltpersoner, deltakere i frivillige organisasjoner og som myndigheter på ulike nivå må vi bidra til å lege sår og gjenskape trygghet. En hel verden har vist medfølelse med dem som ble rammet. Folk over hele verden har uttrykt sin beundring for den verdigheten det norske folk møtte terrorhandlingene med. Regjeringen vil gå nøye gjennom både beredskapen i forkant av hendelsene 22. juli og håndteringen i etterkant. Rapporten fra 22. juli-kommisjonen vil være et sentralt bidrag. I lys av denne gjennomgangen vil regjeringen vurdere behovet for økte ressurser og eventuelle lovendringer på ulike områder. Også på kort sikt vil det være behov for tiltak for å styrke vår sikkerhet og beredskap. I tillegg medførte terrorangrepene 22. juli betydelige ekstrautgifter på flere områder. Regjeringen vil komme tilbake med forslag til nødvendige bevilgningsendringer som følge av angrepene 22. juli, utover de forslagene som allerede er fremmet. Regjeringen vil balansere behovet for nødvendig sikkerhet og trygg beredskap mot et felles ønske om fortsatt nærhet mellom det norske folk og sentrale samfunnsaktører. Det overordnede målet er å følge folkeviljen om et samfunn preget av mer åpenhet, mer Det krever at vi opptrer med samme klokskap, ydmykhet og respekt som det norske folk. Regjeringen inviterer Stortinget og det norske folk til at vi med demokratiet og det frie ord skal la menneskeverd og trygghet vinne over frykt og hat. Regjeringens politikk er basert på en ambisjon om at Norge skal ha den laveste arbeidsledigheten i Europa og øke verdiskapingen i hele landet,vi skal forsvare, fornye og forbedre et av verdens beste velferdssamfunn,vi skal lede an i den globale klimakampen. Arbeid til alle er et hovedmål for regjeringen. Det er betydelig usikkerhet om den økonomiske utviklingen internasjonalt, og det har gjennom sommeren vært stor uro i finansmarkedene. Regjeringen følger derfor utviklingen nøye. Det beste vi kan gjøre, er å holde orden i eget hus og fortsatt føre en finanspolitikk som bidrar til en stabil økonomisk utvikling både på kort og lang sikt. Regjeringen vil videreføre innsatsen for et godt og anstendig arbeidsliv. Regjeringen vil legge fram en jobbstrategi der hovedmålgruppen er unge med nedsatt funksjonsevne på vei inn i arbeidslivet. Regjeringen vil bidra til videre utbygging av omsorgstjenestene, og vil følge opp avtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre om Omsorgsplan 2015. Fra 1. januar 2012 starter gjennomføringen av Samhandlingsreformen, som skal gi pasienter og brukere bedre tjenester der de bor. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om rusmiddelpolitikken. Gjennom å gi alle gode muligheter til å ta utdanning vil vi utvikle det norske velferdssamfunnet. Regjeringen fortsetter innsatsen for å få flere til å gjennomføre videregående opplæring. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om utdanning for velferdstjenestene. Regjeringen vil ha fokus på kvalitet og fortsette å rette oppmerksomhet mot resultatene av Regjeringen vil legge til rette for en fortsatt god utvikling av tjenestetilbudet i kommunesektoren. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om en framtidsrettet bygningspolitikk. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om forholdet mellom stat og kommune. Regjeringen vil følge opp Personvernkommisjonens rapport gjennom en melding til Stortinget. Regjeringen vil, med basis i kirkeforliket, bidra til at Den norske kirke forblir en levende og åpen folkekirke. Regjeringen vil jobbe for at stadig flere offentlige tjenester tilbys digitalt. Norge vil medvirke aktivt til at blir et viktig steg fram mot en ambisiøs global klimaavtale med bredest mulig deltakelse. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om klimapolitikken. Regjeringen vil legge fram for Stortinget et forslag om innlemmelse av EUs reviderte kvotedirektiv i EØS-avtalen og et lovforslag om videreføring av klimakvotesystemet for perioden Norge skal være en miljøvennlig og ledende energinasjon. Den fornybare energiproduksjonen skal økes, og overføringsnettet for strøm skal styrkes. Regjeringen vil legge fram en melding om utbygging av strømnettet i Norge. Regjeringen vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass, legge til rette for at oljeindustrien får tilgang til interessante letearealer. Det er et mål å øke utvinningsgraden i eksisterende felt. Regjeringens målsetting er at Norge skal være et foregangsland på fangst og lagring av CO2. Et velfungerende er viktig for økt verdiskaping og livskvalitet og for å ta hele landet i bruk. Gjennom oppfølging av Nasjonal transportplan vil regjeringen arbeide for å nå målene om et sikkert og miljøvennlig transportsystem som er tilgjengelig for alle. Regjeringen vil føre en aktiv satse på områder der vi har særlige forutsetninger for å skape verdier. Regjeringen vil utarbeide nye strategier for reiselivsnæringen og mineralnæringen. Regjeringen vil legge fram en melding om landbrukspolitikk. Regjeringen vil bidra til å videreutvikle sjømatnæringens rolle som verdiskaper Regjeringen vil følge opp arbeidet med å øke beredskapen mot akutt forurensing langs vår lange kystlinje. Regjeringen vil etter en bred høring av NOU 2011:13 om juryordningen gå grundig inn i alle viktige spørsmål knyttet til juryordningen. Regjeringen tar i 2012 sikte på å legge fram en melding om videreutvikling av politi- og lensmannsetaten og en melding om vold i nære relasjoner. Regjeringen vil føre en konsekvent, rettferdig og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Vi bygger vår flyktning- og asylpolitikk på internasjonale konvensjoner. Norsk praksis skal i hovedtrekk samsvare med praksis i andre sammenlignbare land. Regjeringen vil ha en balansert og kontrollert innvandring. Regjeringen vil legge fram en melding om hvordan det norske samfunnet kan lykkes enda bedre med integreringen i årene framover. Regjeringen følger opp Kulturløftet. Gjennom Kulturløftet øker vi kvaliteten og bidrar til at flere får delta i kulturaktiviteter, frivillige lag og foreninger. Regjeringen vil legge fram forslag om avvikling av kontantstøtten for toåringer og styrking av kontantstøtten for ettåringer. Regjeringen vil legge fram en ny langtidsplan for forsvarssektoren for Stortinget i 2012. Anskaffelse og innfasing av de nye kampflyene vil være et sentralt tema. Nordområdene forblir regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Regjeringen vil ytterligere styrke nordområdepolitikken i tråd med meldingen til Stortinget som blir lagt fram i høst. Norge vil fortsette å støtte dem som kjemper for en demokratisk og økonomisk utvikling i landene i den Hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk ligger fast, herunder sterk oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS-avtalen og at Norge ikke er medlem av EU. Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding, lesen av statsråd Ola Borten Moe. I samsvar med Grunnlova gir Kongen denne meldinga til Stortinget om Noregs tilstand og styring i tida etter siste melding. Angrepet den 22. juli 2011 på Utøya og regjeringskvartalet var ei sjokkoppleving for personar blei drepne, og mange personar blei skadde som følgje av ugjerningane. I tillegg til dei menneskelege tapa førte terrorangrepet til store materielle skadar. Ei rekkje offentlege etatar, frivillige organisasjonar og trus- og livssynssamfunn har teke del i rednings- og oppfølgingsarbeidet. Sorga etter 22. juli er vi saman om å bere. Det blei halde ei nasjonal minnemarkering 21. august, og det har vore andre markeringar på Utøya, i regjeringskvartalet og på Stortinget samt lokale tilstellingar. Den 12. august oppnemnde regjeringa 22. juli-kommisjonen. Formålet med å opprette kommisjonen er å kunne dra lærdom av hendingane med sikte på at det norske samfunnet skal kunne stå best mogleg rusta til å avverje og møte eventuelle framtidige angrep, samtidig som ein tek vare på sentrale verdiar i det norske samfunnet som openheit og demokrati. Noreg har i denne vanskelege tida fått støtteerklæringar frå heile verda. Samtidig er vi stolte over det norske folket som midt i tragedien har halde fram med å vise omtanke for dei som lid der ute. Situasjonen er særleg dramatisk i Somalia tørken kjem i tillegg til lidingane den langvarige konfliktsituasjonen har påført befolkninga. Noreg vil bidra med om lag 620 mill. kr i humanitær bistand for å avhjelpe katastrofen på Afrikas Horn. Den økonomiske veksten internasjonalt har minka dei siste månadene, og utviklinga ute utgjer ein betydeleg Stor og aukande statsgjeld gjer at fleire av dei viktigaste handelspartnarane våre må kutte i offentlege budsjett og/eller auke skattane for å sikre berekraftige offentlege finansar. I mange tilfelle må finanspolitikken strammast kraftig inn sjølv om arbeidsløysa er høg og veksten svak. Gjennom sommaren har utryggleiken rundt statsfinansane til enkelte euroland og rundt utviklinga i USA ført til ny uro i finansmarknadene. Betydelege tiltak både på EU-nivå og i dei hardast ramma eurolanda har så langt ikkje roa marknadene vesentleg. Dei mest utsette landa har tidlegare fått kriselån frå Det internasjonale valutafondet og EU. I USA slit politikarane med å bli samde om ein plan som vil rette opp dei offentlege finansane på mellomlang sikt. Både i Europa og i USA blir budsjettutfordringane forsterka av dårlege utsikter for vekst og sysselsetjing. Det som skjer internasjonalt, er viktig for norsk økonomi. Vi er eit lite land med Den internasjonale finanskrisa viste kor sårbare særleg bankane er for uro i penge- og kapitalmarknadene, at tillitssvikt i bankmarknaden kan spreie seg raskt, og at problem i banksektoren kan ha svært negative konsekvensar for økonomien generelt. Norske finansinstitusjonar har styrkt soliditeten og skaffa seg meir robust finansiering dei siste par åra. Den direkte eksponeringa mot euroland med høg statsgjeld er låg. Styresmaktene legg stor vekt på å følgje situasjonen. Det beste vi kan gjere, er å halde orden i eige hus og halde fram med å føre ein forsvarleg og berekraftig politikk. Noregs Bank sette ned renta til eit svært lågt nivå i kjølvatnet av finanskrisa. Det bidrog til at aktiviteten i økonomien heldt seg godt oppe. I lys av den gode økonomiske utviklinga i Noreg har Noregs Bank sidan sommaren 2009 sett opp styringsrenta med 1 prosentpoeng til 2,25 pst. I perioden frå 2005 til 2011 har dei samla inntektene i kommunesektoren auka med vel 48 I 2010 auka inntektene i kommunesektoren med 8,1 mrd. kr. I første halvår 2011 var det i gjennomsnitt sysselsett 525 000 personar i kommuneforvaltninga, noko som er om lag 10 000 fleire enn i første Arbeidsløysa i Noreg har gått ned det siste året og har dei siste månadene halde seg ganske stabil på om lag 31/4 pst. av arbeidsstyrken. Sysselsetjingsveksten har halde fram til no i 2011. Regjeringa legg stor vekt på å fremje ei berekraftig økonomisk og sosial utvikling. Hovudutfordringane for ei slik utvikling er internasjonal fattigdom, reduksjon i det biologiske mangfaldet, menneskeskapte klimaendringar og spreiing av miljøgifter. Noreg er ein pådrivar i kampen mot global fattigdom. I 2009 blei målet om at norsk bistand skal utgjere 1 pst. av bruttonasjonalinntekta, nådd, og bistanden har halde seg på dette nivået sidan. I kjølvatnet av finanskrisa gjekk utsleppa av klimagassar i Noreg ned. Men i 2010 auka dei att til same nivå som i 2008. Over 70 pst. av klimagassutsleppa er underlagde økonomiske verkemiddel. Blant anna er det norske kvotesystemet no ein integrert del av kvotesystemet i EU. Nordområda er det viktigaste strategiske satsingsområdet for regjeringa i utanrikspolitikken. At avtala med Russland om avgrensinga i Barentshavet og Polhavet tok til å gjelde 7. juli i år, var ei historisk hending. Avtala dreg ei klar grense for norsk og russisk myndigheitsområde, men legg også til rette for samarbeid over denne grenselinja. Vidare sikrar ho framleis eit godt norsk-russisk samarbeid om fiskeria i Barentshavet og regulerer samarbeidet om utvinning av eventuelle grenseoverskridande petroleumsførekomstar. Afghanistan er framleis det viktigaste området for norsk militær og sivil innsats i internasjonale operasjonar, no med særleg vekt på å overføre ansvaret for tryggleiken til afghanske styresmakter. Noreg har med F-16 og stabsoffiserar bidrege med viktige kapasitetar til Libya-operasjonen for å oppfylle FN-resolusjonen om å beskytte sivilbefolkninga i Libya. Arbeidet med å gi personellet i internasjonale operasjonar den anerkjenninga og oppfølginga dei fortener, er styrkt ved at regjeringa i mai 2011 la fram handlingsplanen «I tjeneste for Norge». Regjeringa la våren 2010 fram forslag til endringar i inntektssystemet for kommunane, og endringane blei sette i kraft 1. januar 2011. Ny kostnadsnøkkel gir betre utjamning av variasjonane i ufrivillige kostnader mellom kommunar, medan dei andre endringane i inntektssystemet gir ei jamnare fordeling, større stabilitet og betre oversikt over kommuneinntektene, og regionale utfordringar blir løyste på ein betre måte. Regjeringa har styrkt låne- og tilskottsordningane i Husbanken. Låneramma blei våren 2011 auka med 5 mrd. kr til 20 mrd. kr, og investeringstilskottet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar er styrkt betydeleg. Regjeringa fremja våren 2011 proposisjonen om fullføring av utbygging og drift av Det vil bidra til auka samfunnstryggleik, styrkt beredskap og eit trygt og avlyttingsfritt radiosamband i heile landet. Regjeringa har følgt opp satsinga i Nasjonal transportplan 2010–2019 i dei årlege budsjetta både for veg, jernbane og kyst. Regjeringa la i vår fram ein oppdatert heilskapleg Her blei det bl.a. fastsett nye rammer for petroleumsverksemda i Barentshavet og havområda utanfor Lofoten. Som ledd i gjennomføringa av Samhandlingsreforma har regjeringa lagt fram Nasjonal helse- og omsorgsplan, lov om folkehelsearbeid og lov om kommunale helse- og omsorgstenester. Barnehagesektoren blei rammefinansiert frå 2011, og kommunane får dermed ansvaret for heile sektoren. Det blei for sjuande året på rad sett ny eksportrekord for norsk sjømat i 2010 med ein total eksport på 53,8 mrd. kr. Det er ein auke på over 9 mrd. kr samanlikna med året før. Noreg er med det den nest største sjømateksportøren i verda. Regjeringa har fått på plass ei garantiordning for kraftintensiv industri sitt kraftkjøp under Garanti-instituttet for Eksportkreditt. Ordninga er gitt ei ramme på 20 mrd. kr og gjeld finansiering til kraftintensiv industri sitt kjøp av kraft på langsiktige vilkår. ESA godkjende i mars 2011 at garantiordninga er i tråd med EØS-avtala. Avtala om felles elsertifikatmarknad mellom Noreg og Sverige blei underskriven den 29. juni 2011. Ei lov om elsertifikat blei vedteken av Stortinget den 24. juni 2011. Oppstart av den felles elsertifikatmarknaden er planlagd 1. januar 2012. Med ein felles elsertifikatmarknad inngår Noreg og Sverige eit langsiktig samarbeid for å nå målsetjinga om å produsere 26,4 TWh ny fornybar elektrisitet i begge landa i 2020. Stønadsperioden for foreldrepengar er utvida med ei veke til 47/57 veker frå 1. juli 2011. Fedrekvoten er utvida med to veker til tolv veker. Fedrar i familiar der mor tek imot uførepensjon, har fått rett til å ta ut foreldrepengar i tolv veker. Presesfunksjonen i Bispemøtet for Den norske kyrkja er styrkt ved at det er oppretta eit tolvte bispeembete i

Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet, gode kollegaer! Da Stortinget sist var samlet med Hans Majestet Kongen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen til stede, var vi en sorgtynget og dypt preget forsamling. Vel to måneder Stortinget mintes ofrene etter terrorkatastrofen 22. juli. Når vi i dag trer sammen til det 156. storting, opplever mange av oss at hverdagen så smått er i ferd med å vende tilbake. Men vi vet også at terroren 22. juli vil prege oss for Vi har gjennomført en lokalvalgkamp hvor også Stortingets representanter har deltatt. Vi har vært sammen med lokale kandidater landet rundt og ikke minst fått nyttige innspill til vårt arbeid på det nasjonale plan. Alle hadde vi nok håpet på en høyere valgdeltakelse enn de 62,4 pst. som ble resultatet etter årets valg. Men det er gledelig å se at resultatene varierer mye fra kommune til kommune. Det beviser at demokratiet fungerer, og at det er lokale saker og kandidater som avgjør hva folk stemmer. Flere kommunestyrer skriver nå historie med mange unge representanter. Samtidig står et stort antall folkevalgte med innvandrerbakgrunn klar til å gjøre en innsats for lokaldemokratiet. Slik styrkes representativiteten. Når vi som stortingsrepresentanter nå tar fatt på vårt daglige virke, vil vi erfare at ikke alt er helt som før. Stortinget vil i tiden framover ha forståelse for at regjeringen har krevende arbeidsforhold. Vi forutsetter likevel at disse felles praktiske utfordringene håndteres på en slik måte at Stortinget generelt, og opposisjonen spesielt, får mulighet til å fylle sin viktige rolle i vårt demokratiske system. Ønsket om og viljen til «mer demokrati» har vært uttrykt fra mange hold etter 22. juli. Stortinget, som selve bærebjelken i det norske demokratiet, har sammen med regjeringen et spesielt ansvar for å fylle dette utsagnet med reelt innhold. Sammen må vi videreutvikle Stortinget som landets viktigste politiske arena. Også i det 156. storting har vi store oppgaver å løse. Gjeldskrisen tynger Europa. Veksten har uteblitt i mange land. Arbeidsledigheten har bitt seg fast på et høyt nivå. Dette vil vi også merke. Under finanskrisen i 2008 og 2009 var det finansinstitusjonene som vaklet, nå er det staters økonomi som svikter. Det gjør at utfordringene er annerledes. Norge er avhengig av at Europa lykkes, fordi det er her vi har våre viktigste handelspartnere. Vi er avhengige av at vårt eksportavhengige næringsliv og våre bedrifter har noen å selge til, slik at de fortsatt kan skape verdier og holde sysselsettingen oppe. Det finnes ingen viktigere økonomisk indikator enn lav arbeidsledighet. Det som skjer i Europa, er avgjørende for oss. Det utfordrer pengepolitikken og muligheten for å holde en stabil Det utfordrer lønnspolitikkens oppgave i forhold til å unngå særnorsk prisvekst, og det utfordrer vår håndtering av finanspolitikken for at ikke belastningen på lønnspolitikken og pengepolitikken skal bli for stor. Et gammelt ordtak sier at «det skal god rygg til å bære gode tider». Hvis vi tror vi er usårbare, da blir vi virkelig sårbare. Blant medlemmene i denne salen vil det helt sikkert bli frisk diskusjon og delte meninger om hvordan vi best skal møte utfordringene i internasjonal økonomi. Men at disse spørsmålene må adresseres, tror jeg det er bred enighet om. Det 156. storting vil preges også av andre store utfordringer. Stortinget har sett fram imot den varslede stortingsmeldingen om klimapolitikken. Bakgrunnen for meldingen er et bredt politisk kompromiss om et tema som er globalt. Nasjonal enighet om framtidige tiltak vil være en klar styrke for arbeidet med klimasaken. I forvissning om at representantene vil gjøre sitt ytterste for å løse de mange store oppgavene som ligger foran oss, samler vi oss i det gamle, gode ønsket: Gud bevare Kongen og